Europa, skal me stilla, for få innflytelse, for å knyta kontaktar og for å utveksla informasjon. Eit nytt format i regi av EU vil vera ein viktig lyttepost for å få innsikt i europeisk sikkerheitspolitisk tenking. Det vil vera ein arena for europeiske kontaktar og nettverk, og dertil kjem moglegheita nasjonale representantar har til å hausta førstehandskunnskap i saker som òg vert debatterte på nasjonalt nivå. Men eg har merka meg òg at dei nasjonale parlamentarikarane som me møter i VEU, eigentleg ikkje har lyst til at EU skal få lov til å ta over denne rolla. Dei ønskjer at dei sjølve som parlamentarikarar skal ha rolla, og dei ser det som ein trussel med ein EU-modell i det eventuelt nye organet. Siste sesjon skal vera i Brussel i mai i 2011. Delegasjonen vil fortsetja å følgja arbeidet i forsamlinga til og med det tidspunktet, slik at me skal kunna følgja prosessane framover og Noregs rolle i eit eventuelt framtidig organ, med sikte på ei mogleg tilråding til
må bare ærlig talt innrømme at jeg har lett med lys og lykte for å prøve å gi interpellanten et slags fornuftig svar og en anmodning om hva vi bør gjøre, men jeg tror ikke det finnes noe annet svar enn at skal vi ha hendene på rattet og delta i de forskjellige fora som tar beslutninger i Europa, må vi bli medlemmer i Den europeiske Interpellanten tar opp et betimelig tema, for vi mister en ny arena hvor vi kan ha parlamentarisk kontakt med våre europeiske venner. Det har lenge vært klart at Vestunionen kom til å bli nedlagt, og det er helt naturlig at organisasjonen nedlegges som følge av den utviklingen vi har hatt de siste 20–30 år i Europa. Unionen er blitt stadig større – Sentral-Europa og Øst-Europa er involvert, og begrep som sikkerhet og forsvarspolitikk har fått en helt annen klang enn tidligere – og den kommer til å bli enda viktigere. Europaparlamentet får større og større betydning, og vi står dessverre på utsiden også i spørsmål som har så stor viktighet for oss. Jeg er hjertens enig i det som blir understreket når det gjelder viktigheten av å ha parlamentarisk kontakt, av mange gode grunner, for å utvikle nettverk, for å ta opp saker som helt naturlig er i vår interesse. Interpellanten har selv understreket begrep som energi. Det er helt åpenbart at vi fra Norges side må benytte alle de mulighetene vi har til å ta opp spørsmål som er av avgjørende betydning for en stabilisert utvikling innenlands og i våre nærområder, enten det går på sikkerhetspolitikk, myndighetsutøvelse i utvikling innenlands og i våre nærområder, enten det går på sikkerhetspolitikk, myndighetsutøvelse i de gigantiske arealene Norge forvalter, Russland-spørsmål, ikke minst spørsmål om klima, nordområdepolitikk osv., som er helt naturlige forhold som er innbakt i det vi gjør i vår parlamentariske kontakt. Vi har vel ennå observatørstatus når det gjelder COFAC. Det er vel ikke

utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål, har vi ennå ikke observatørstatus. Vi ser betydningen av å delta i NATOS parlamentarikerkomité, OSSE, osv. Men jeg tror at alle disse relevante spørsmålene først og fremst bør stilles til vårt eget parlament – til presidentskapet. Det er først og fremst presidentskapets bord, etter min oppfatning, å sørge for at man har en parlamentarisk kontakt som er blitt mer og mer viktig for Norge, i en tid da vi blir mer og mer politisk marginalisert og står på utsiden. Så på dette området tror jeg utenriksministeren har ganske rett når han savner en presis anvisning av hvor veien skal gå. Jeg tror at uten at er det ikke sikkert det hadde gått like raskt frem å få vår stedlige representasjon i Brussel som på vegne av Stortinget kan følge dag-til-dag-utviklingen av politikk som skjer i Europa. Men det er helt åpenbart at det er viktig at Norge sikrer seg inngrep med de nye institusjonene der Europas forsvars- og sikkerhetspolitikk diskuteres.

og som jeg har sagt hele tiden, er et forum for parlamentarikere der de kan diskutere alternative løsninger til hva regjeringen holder på med. «Inter-parliamentary scrutiny» er det jeg etterlyser. Det er det man prøver å finne i VEU. Så la jeg til at man kanskje for å skape en slik type «inter-parliamentary scrutiny» kan få det også på andre områder, à la NATOs råd. Det var det som var ideen bak det. Det var ikke en EU-debatt jeg la opp til. Jeg tror rett og slett at veldig mange mennesker er såpass skeptiske til EU at jeg tror ikke nødvendigvis at EU vil komme til å være fremtidens løsning på Europas utfordringer. Det som er sannheten, og det er her i hvert fall regjeringen kommer inn, og utenriksministeren kommer inn, er at Norge går fra å være assosiert medlem av VEU med stemmerett i komiteene til sannsynligvis å få, og kanskje ikke heller det, observatørstatus i den nye konferansen – med null innflytelse. Det gjelder både utøvende og parlamentarikere og alle sammen. Så sier man at det har man visst i mange år. Ja, det er mulig man har visst det i alle år, men det er nå endringen skjer. Da lurer jeg på om utenriksministeren er villig til å ta noe initiativ, slik at han sikrer vår innflytelse på bakgrunn av de bidrag vi gir, og den finansielle styrken vi har, og det militære vi har, slik at det er relevant. Det er ikke relevant at nasjoner som overhodet ikke bidrar, som overhodet ikke satser på forsvar, eller som overhodet ikke har materiell eller er med i internasjonale operasjoner, skal ha innflytelse bare fordi de er medlem av en annen organisasjon. Det er ikke en naturlig måte å tenke på, selv om det er den måten alle tenker på. Jeg skjønner at det er den politisk korrekte måten å tenke på. Jeg mener at når vi ikke er medlem av EU, må vi ta den situasjonen at vi ikke er medlem av EU, og ikke tenke som om vi hadde vært medlem av EU. Nå er vi ikke medlem av EU, og da må vi ta konsekvensen av det. Derfor er min utfordring til utenriksministeren: Tar han ballen, eller bare peker han på presidentskapet som sikkert formelt sett er mest riktig, men vil han også ta ballen, slik at han sikrer at Norges interesse blir ivaretatt også i den nye strukturen som kommer en gang? Jeg er,

og så kan man ha en dialog mellom regjering og parlament. Her uttrykker også representanten Tybring-Gjedde fra ett parti – et betydelig parti i Stortinget – stor frustrasjon over at ikke parlamentarikerne har et forum der de kan diskutere det regjeringen holder på med. Så er han frustrert over at ikke utenriksministeren tar ballen og går med den. Jeg er litt usikker på hvilken ball det er han sentrer til meg i denne sammenhengen. VEU blir lagt ned. Jeg tror de fleste ser at det er en naturlig utvikling. Det finnes et mangfold av parlamentariske organer som diskuterer i dag. Norge er med i en del og ikke med i andre. Det er politiske valg og avklaringer som denne forsamlingen må ta, og som Norge må ta. Det er valg vi har tatt, og det er valg vi ikke har tatt. Men jeg tror jeg må begrense meg til å si at Norge er opptatt av å delta aktivt i diskusjonen om internasjonal styring, diskusjonen om G20, FN-reform, samarbeid i Europa – alle de stedene vi er med. Hvis det kan komme ideer, nye ideer, om organer eller tilslutninger for Norge ut av diskusjoner i Stortinget, som samler flertall, som peker i en retning, vil selvfølgelig regjeringen ta de signalene, som vi gjør på alle andre politikkområder, og søke å bidra til å gjennomføre det. Men det er litt uklart for meg hva det og hvordan det skal se ut. Men hvis det blir tydeligere, skal det ikke stå på regjeringen. Debatten i sak nr. 7 er over. Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og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

samisk samarbeid på tvers av landegrenser, regionalpolitiske spørsmål, areal- og miljøpolitiske spørsmål, via kultur, kulturminnevern og språk til barnehager, skoler og sikring av tradisjonell kunnskap. Det er ikke mulig i et kort innlegg å komme inn på alt som berører de samiske samfunn. Jeg må trekke fram noe, og det er ikke slik at det som ikke blir nevnt, ikke anses som viktig. Komiteens flertall har merket seg at regjeringen har fulgt opp merknadene fra behandlingen av Sametingets årsmelding i 2008 om å få en avklaring på hvilke budsjettprosedyrer som skal gjelde mellom regjeringen og Sametinget. Det er forståelse for at Sametinget i likhet med kommunene har behov for en viss forutsigbarhet i budsjettrammene fra år til år. Det samme gjelder behovet for å få avklart rammene for neste års virksomhet så tidlig at det er mulig å gjøre en forsvarlig budsjettering for det kommende år. Disse behovene er det mulig å ha forståelse for uavhengig av Sametingets formelle stilling. Samtidig er det grunn til å minne om at det er flere formelle sider ved budsjettprosessene som skal ivaretas, og at det til slutt er Stortinget som vedtar statsbudsjettet. Jeg håper Sametinget vil bidra til konstruktive samtaler og delta i dialog om å finne en løsning, selv om man kanskje ikke får innfridd alle sine primære ønsker. Da kommunal- og forvaltningskomiteen besøkte Sametinget på sin komitéreise i indre Finnmark i fjor, erfarte vi at Sametinget ikke hadde simultantolking av sine forhandlinger til lule- og sørsamisk, bare til nordsamisk. Språket er én av de aller viktigste faktorene, om ikke den aller viktigste, som sikrer en kultur. De samiske språkene – og da særlig lule- og sørsamisk – er truet i den forstand at det bare er et hundretalls personer som snakker språket. I så måte kan ikke symbolverdien av at Sametinget bruker også disse språkene, overvurderes. Flertallet ber derfor Sametinget vurdere en plan for hvordan man kan få på plass en simultantolking. Dessverre er vi ikke ferdig med motsetningene, fordommene og konfliktene mellom samer og nordmenn, selv om vi i dette landet har kommet et langt stykke på vei.

samiske interesser og den øvrige befolkningen, munner ut i uakseptable trusler og oppfordring til vold, den type ting. Det må vi være klare og tydelige på her i denne sal – og også utenfor denne sal – at vi ikke aksepterer. Men når det er sagt, tror jeg også det er en indikasjon på – det at vi opplever den type trusler illustrerer litt av engasjementet mange i Nord-Norge har rundt disse spørsmålene. Jeg vil på ingen måte unnskylde – det understreker jeg – den type utfall, men det viser at her er det sterke følelser i sving. Det er nettopp fordi man er i ferd med å rokke ved noe fundamentalt når man går så langt som man har gjort, takket være en feilslått politikk politikk fra denne sal, hvor man har lagt opp til forskjellsbehandling mellom mennesker basert på etnisitet. Det er situasjonen i Nord-Norge, det er situasjonen slik som den oppfattes i den nordnorske befolkningen. La oss ta eksempelet med Bodø og Tromsø og den debatten som raser nå om innlemming av disse byene i samisk forvaltningsområde for språk. Det er klart, språk. Det er klart, språk handler om identitet, språk står de fleste nært, og når man opplever at en forsvinnende liten minoritet skal overkjøre en majoritetsbefolkning, slik som mange i Tromsø og Bodø faktisk oppfatter det, setter man sterke følelser i sving. Dessverre og av en eller annen merkelig grunn har aldri Norge gjort det arbeidet man burde gjøre

kommunal forvaltning, kommunal service og kommunale tjenestetilbud etter, ikke ut fra et behov. Da er jo det spørsmålet man burde ha stilt seg: Har vi behov for særlig språklig samisk tilpasning i disse kommunene? Det har man ikke gjort. I Finland ville man ha gjort det. Der ville man spurt: Har vi et behov? Man har noen regler i Finland som sier at dersom 8 pst. av befolkningen er minoritetsspråklig, legger man særlig til rette for det. Men det spørsmålet har man aldri stilt seg Det man derimot gjør, er at velmenende politikere er så åpne og inkluderende overfor en forsvinnende liten minoritet at man i prosessen ekskluderer majoritetsbefolkningen. Det er det vi opplever, og derfor har vi denne type debatter. Dessverre er det altså slik at utformingen av denne politikken, det være seg opprettelsen av Sametinget, de etniske reglene

som jeg vil påstå, og hevde med styrke, ikke har forståelse for situasjonen i Nord-Norge. Så min beskjed her, og det fremgår også av Fremskrittspartiets merknader, er at vi ikke aksepterer den utviklingen vi har sett. Derfor mener vi at samepolitikken må reverseres: etnisk likhet for alle i dette kongeriket.

at det rådet en ganske sterk – jeg holdt på å si – uenighet mellom Sametingsrådet, som var representert ved en arbeiderpartirepresentant på høringen, og Arbeiderpartiets fraksjon i Stortinget om budsjettprosedyrene for Sametinget. Det var nærmest en konsultasjon, ikke en høring, for det bordet. Dette har senere gitt seg utslag i at flere fra Sametinget har sagt at de føler at regjeringen ikke tar dem på alvor i konsultasjonsprosessen angående Sametingets budsjett. Erna Solberg la opp til konsultasjoner i forkant. Jeg kunne godt tenke meg at ministeren berører dette etterpå når vi får anledning til et replikkordskifte, og at hun også eventuelt tar det opp i sitt innlegg. Det er vel mulig å rydde den type misforståelser og uenighet av veien, dersom en følger en prosess der Sametinget blir tatt med på konsultasjoner i forkant av budsjettframleggelsen. I dag framstår det mer som et diktat fra regjeringen, skjønner jeg. Da er det litt vanskelig for oss som sitter utenfor, å komme inn i dette. Men det virker som dette er en problemstilling som det er stor interesse for. Men det virker som dette er en problemstilling som det er stor interesse for. Det virket på temperamentet under høringen som om dette er noe som opptar representanter for kommunalkomiteen, og det kan det være greit å få ryddet opp i. Så til andre saker som angår det samiske: Jeg holdt på å si at det ikke er rart det blir krig i verden, når en ser hvordan debatten om veiskiltet i Bodø og debatten i Tromsø nå har tatt av. Det som det kanskje kan være verdt å merke seg, er at det ikke er en liten minoritet eller et lite utfolk som pålegger Bodø eller Tromsø å fatte den type vedtak. Jeg går ut fra at dette er forankret i lokalpolitiske fora, der den store majoriteten er valgt inn at det går an å holde debatten på det nivået den hører hjemme, nemlig i folkevalgte organ og ikke med pistol, skyting på skilt, tagging osv. Det har skjedd noe annet som også er veldig spennende, og som statsråd Aasrud kanskje kunne komme til å berøre i sitt innlegg. det har vært et første konsultasjonsmøte på Røros om de sørsamiske rettighetene, altså oppfølgingen av Samerettsutvalgets innstilling, der sju fylker sør for Finnmark nå vil bli berørt. Der synes jeg at Sametinget har lagt seg på en veldig klok linje, nemlig at man først skal kartlegge rettigheter før en

før en eventuelt foretar politiske grep, slik vi gjorde med finnmarksloven. Det var en annen situasjon i Finnmark. Vi vet at dette fortsatt er en vanskelig sak, men der er prosessen nå at en skal kartlegge rettigheter. Da vil en finne ut hvor inngripende dette vil bli. Men når det gjelder det sørsamiske, som ikke dekker områder som er statsgrunn,

Kristelig Folkeparti vil være med på å sikre samenes rett til eget språk, kultur og samfunnsliv slik det er forankret i internasjonale konvensjoner. Det må bygges opp under mangfoldet i det samiske samfunnet. Samepolitikken krever oppfølging på kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå. Sametinget er et demokratisk valgt organ for den samiske befolkning og må derfor være regjeringens fremste premissleverandør i Samenes egenart må sikres ved at deres levemåte, kultur og verdier blir ført videre til nye generasjoner. Mange utfordringer ligger i skjæringspunktet mellom samiske næringsinteresser, generell næringsutvikling, bruk av naturressurser og arealforvaltning i områder med samisk bosetting. Her har sentrale myndigheter et selvstendig ansvar for å bevare og videreutvikle samisk kultur. kultur. Assimileringspolitikken som ble ført fra 1800-tallet og framover, var til stor skade for det samiske språk og dets anseelse. Språket er en svært viktig del av kulturen. Det er derfor viktig at det samiske språket blir bevart og videreført. Samisk er heller ikke bare samisk – det finnes hele ti hoveddialekter eller språk i denne gruppen, og en rekke underdialekter. Kristelig Folkeparti er fornøyd med at det i 2009 ble lagt fram en handlingsplan for samisk språk, med en virketid på fem år, hvor det overordnede målet er å legge til rette for en trygg framtid for de samiske språkene i Norge, få flere samiske språkbrukere, og at de tre samiske språkene nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk skal få likeverdige utviklingsmuligheter. For å bevare den samiske kulturen er det helt vesentlig at man satser på det samiske språket. Så er det, som saksordføreren også redegjorde for, noen utfordringer i forhold til tolketjeneste, særlig gjelder dette for lulesamisk og sørsamisk. Komiteens flertall har oppfordret Sametinget til å vurdere en tidfestet plan for å få til simultantolkning av Sametingets forhandlinger til disse tre samiske språkene. språkene. Det vil være et viktig bidrag for å gi både lulesamisk og sørsamisk en ny arena hvor språket kan brukes. Ellers må jeg også få understreke viktigheten av det som saksordføreren pekte på angående debattklimaet rundt konfliktlinjene. Vi må forvente at uenighet og konflikter, enten de er nye eller gamle og kjente, blir håndtert på en voksen, ryddig og demokratisk måte. Kristelig Folkeparti støtter selvsagt innstillingen i denne saken.
og har en runde rundt den årsmeldingen som Sametinget behandlet for ett års tid siden. Samepolitikk og politikk overfor den samiske befolkning er jo et mye, mye bredere felt enn bare det som omhandles Det handler om bred politikk på mange områder. Det handler om hvordan samenes levekår er. Vi har tidligere hatt undersøkelser som har slått fast at levekårene i den samiske befolkningen er dårligere enn for mange andre. Man har har brede politikkområder som ligger utenfor dette, og som går direkte inn i den samiske befolkningens hverdag, som reindriftspolitikken. Men disse sakene er altså i utgangspunktet ikke til behandling her i dag. Det er årsberetningen som ligger her, slik den gjør. Det er en forutsigbar innstilling som kommet fra komiteen, i den forstand at det store flertallet slutter seg til og tar til etterretning de punktene som Sametinget selv melder, og som de selv diskuterer. Hele komiteen hadde gleden av å

Den grunnloven som gjelder for Norge, og som Stortinget har vedtatt, håper jeg at Fremskrittspartiet velger å forholde seg til. Den sier det som flertallet så treffende sier i sin innledning, «at staten Norge opprinnelig er etablert på territoriet til to folk, samer og nordmenn». Det sier altså Grunnloven. Grunnloven har inne i seg de grunnleggende har. Når man da ser hva Fremskrittspartiet sier, at «enhver med norsk statsborgerskap har de samme grunnleggende demokratiske, politiske og sivile rettigheter og friheter», er det nettopp det det handler om i denne saken. Ett av disse spørsmålene handler om retten til å snakke sitt eget språk, retten og muligheten til å drive med språkutøvelse og muligheten til å drive med utøvelse av egen kultur. Da reiser jeg det enkle spørsmålet til Fremskrittspartiet: Anerkjenner Fremskrittspartiet det Grunnloven sier, nemlig at samer og nordmenn har de samme rettigheter til å drive med utfoldelse av egen kultur og sitt eget da lurer jeg på hvordan i all verden Fremskrittspartiet kan mene at det at det settes samiske navn på norske byer, er å overkjøre noen deler av befolkningen. Nordmenn har da alltid kalt Tromsø for Tromsø, og nordmenn har alltid kalt Bodø for Bodø. Hvis man har samiske navn, er det ingen nordmenn som snakker norsk, som har noe grunnlag for å føle seg overkjørt på noen som helst måte. Så er det Så er det likevel noen som protesterer. Jeg vil be Fremskrittspartiet om å la være å nøre opp under den misnøyen, men heller være med på å forsvare det som er Grunnlovens intensjon, nemlig at det samiske skal være likestilt det norskspråklige. Jeg er bekymret over den utviklingen som Jeg er bekymret over den utviklingen som skjer over hele Europa. Flere av statslederne i Europa, både i Frankrike og Tyskland og David Cameron i Storbritannia, har den siste tiden vært ute og sagt at det mangfoldige samfunnet er noe de har mistet troen på. Jeg er veldig bekymret over den utviklingen, på. Jeg er veldig bekymret over den utviklingen, og jeg er veldig glad for at Høyre her i Norge ikke har hatt den samme innretningen og snakker på samme måte. For i det øyeblikk vi begynner å si at vi ikke skal ha et mangfoldig samfunn, men et samfunn der ensretting inn mot majoritetens syn, språk og kulturelle identitet skal legges til grunn, blir jeg bekymret. for samer å snakke samisk på skolen, og som gjorde at veldig mange samer skammet seg over at de var samer, og ikke sa det til ungene og på en måte nektet å være det. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg mener at dreiningen i politikken i den retningen som vi har hatt de siste årene, der en nettopp anerkjenner minoriteter og urfolk, som samene, og deres rettigheter til språk og kultur, er ekstremt viktig for å sørge for en politikk som er inkluderende, og legger grunnlaget for et godt, mangfoldig samfunn. Det er et samfunn jeg vil leve i. Behandlingen av denne årsmeldingen viser at det fortsatt i all hovedsak er

Komiteens flertall og Høyres Trond Helleland har kommentert budsjettprosedyrene, og man har merket seg at det ikke er oppnådd enighet om nye budsjettprosedyrer mellom regjeringen og Sametinget, og at Sametinget overfor departementet har signalisert behov for mer tid til å vurdere foreliggende skisse og eventuelt foreslå alternative budsjettmodeller. Flertallet peker på behovet for en avklaring om budsjettprosedyrene mellom regjeringen og Sametinget. Jeg kan orientere om at departementet fortsatt er i dialog med Sametinget om spørsmålet. Saken ble sist tatt opp av Sametinget på det halvårlige politiske møtet mellom Sametingsrådet og meg den 14. desember 2010. Sametinget er av den oppfatning at verken dagens budsjettrutiner eller den skissen til nye budsjettprosedyrer som departementet har lagt fram for I denne dialogen har jeg pekt på at det er viktig å se på hvordan de eksisterende budsjettprosedyrene kan forbedres. Det er bl.a. enighet om at Sametinget og mitt departement ser nærmere på hvordan Faglig analysegruppe for samisk statistikk kan brukes for å sørge for at budsjettarbeid bygger på et Jeg har også framhevet at det er etablert en praksis med at Sametingets politiske ledelse har møter med finansministeren i forkant av regjeringens årlige budsjettkonferanser i mars, i tillegg til den ordinære kontakten som skjer med de ulike departementene og fagstatsrådene. Det ble også slått fast at det ikke er aktuelt for regjeringen å etablere en ordning med forhandlinger med Sametinget i budsjettspørsmål. Det ble ut fra dette konstatert at det ikke er enighet mellom Sametinget og regjeringen om hvordan det videre arbeidet med budsjettprosedyrer for samiske saker skal legges opp. Samtidig anmodet jeg Sametinget om å se nærmere på muligheten for å drøfte saken på grunnlag av skissen til budsjettprosedyrer som tidligere er oversendt.

for at de samiske språkene skal være levende bruks- og samhandlingsspråk også i framtiden. På denne bakgrunn fremmet regjeringen i 2009 en handlingsplan for samiske språk. Handlingsplanen er utarbeidet i dialog med Sametinget. Regjeringen vil i handlingsplanperioden legge grunnlaget for en sterkere innsats for de samiske språkene på ulike samfunnsområder – særlig utdanning, offentlig tjeneste- og omsorgsyting samt bruk og synliggjøring av samiske språk i offentlig sammenheng. En forutsetning for en trygg framtid for de samiske språkene er å fremme språkenes status samt å synliggjøre etablerte språklige rettigheter for brukere og myndigheter på ulike nivåer. Handlingsplanen har en virketid på fem år. Det vil lages årlige rapporteringer på gjennomføringen av mål og tiltak i handlingsplanen. Den første statusplanen ble lagt fram 10. februar i år og viser at regjeringen, i samarbeid med Sametinget, legger ned et betydelig arbeid for de samiske språkene. Sametinget er regjeringens fremste dialogpartner i samepolitiske spørsmål, og Sametingets synspunkter tillegges vekt. Jeg synes vi har et konstruktivt samarbeid med Sametinget, og det håper jeg vi også vil få i 2011. Så har Fremskrittspartiet og Per-Willy Amundsen tatt opp forholdet til skilting. Jeg vil si at det er ingen skilt som kommer opp verken i Tromsø eller i Bodø uten at det har vært grundige lokale prosesser, utredninger, høringer og vedtak i de forstår jeg ikke den kritikken at det er noen få personer som tvinger igjennom en sånn løsning. Det er altså lokale prosesser som er helt avgjørende for de Så har vi startet opp arbeidet med Samerettsutvalget II. Vi har hatt de første møtene med Sametinget, og vi går inn i noen krevende runder. For, som representanten Helleland sa, det er sju fylkeskommuner, det er mellom 100 og 200 enkeltkommuner, og det å finne en god prosess er krevende. Så er jeg enig i at det vil være naturlig, tror jeg, å begynne med de rettighetene som vi skal se på, men antakeligvis trenger vi noe lovverk for å komme videre i det arbeidet, og så får vi begynne med organene etter hvert. Det blir replikkordskifte.

på bekostning av den øvrige befolkningen, ja så er det en oppskrift på konflikt. Og det er det vi ser resultatet av nå: Sametinget, finnmarksloven, og nå i forhold til språk og språkbruk og samisk forvaltningsområde for språk. Kan statsråden gjøre seg noen tanker rundt dette? Er det kanskje en sammenheng her med at man har gått for langt på det samepolitiske feltet på bekostning av den øvrige

et virkemiddel for at vi skal etterleve Grunnlovens forpliktelser og de internasjonale konvensjoner vi har sluttet oss til, bl.a. FNs konvensjons om sivile og politiske rettigheter og ILO-konvensjonen. Jeg tror det er viktig nå at vi tar et ansvar for å spre informasjon om hva Sametinget jobber med, og hvilke rettigheter Finnmarks befolkning har i henhold til finnmarksloven. finnmarksloven. Så er jeg veldig klar på at hvis man skal kunne ha en god utvikling i de samiske områdene og ta vare på det samiske som urfolket representerer, er vi nødt til å legge avgjørende vekt på at man har god språkkunnskap i de samiske områdene og blant dem som snakker samisk. Vi er tilsluttet ILO-konvensjon nr. 169, som er mye av fundamentet for den samepolitikken som føres i dag. Norge er det eneste landet blant de landene hvor det bor samer, som er tilsluttet denne konvensjonen, og som også er med på å legge føringer for definisjonen av samer som såkalt urfolk. ILO-konvensjonen kan sies opp. Den kan sies opp hvert tiende år. Og ut fra de spørsmål jeg har stilt til statsråden for dette feltet tidligere, kan vi si opp ILO-konvensjon nr. 169 i år, men da må vi gjøre det innen 5. september. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvilken prosess må man ha, og hvor tidlig må man legge frem et slikt forslag i Stortinget dersom Norge, gitt at vi får et flertall her,
for når ILO-konvensjonen må sies opp; det går det an å komme tilbake til representanten Amundsen med. Men regjeringen har i alle fall ingen planer om å legge fram noen sak for Stortinget om å si opp ILO-konvensjonen. Det er

for en lovgivning, og den regner jeg med at statsråden vil komme tilbake til: Hvordan informerer nå staten lokale myndigheter og befolkningen i disse områdene om den forestående prosessen? Er det noe man holder litt rolig og tyst, eller er det en aktiv informasjon à la det statsråden etterlyste for Finnmark? Der har det jo vært gjort mye informasjonsarbeid, men det er tydelig at ikke alt har nådd fram. statsråd Aasrud

er gode. Så er det jo vanskelig å begynne å informere før vi har bestemt oss for hva vi skal gjøre. Men vi starter altså arbeidet nå, og vi ser at det er nødvendig med noe lovverk før vi begynner med kartleggingen. Det arbeidet starter Justisdepartementet på. Så må vi jobbe med å finne gode forankringsprosesser og gode informasjonsopplegg som inkluderer både de sju fylkeskommunene og alle kommunene som er i området. Fylkesmennene er også viktige aktører i arbeidet for å få til gode dialoger.

Reindriften ligger ikke under Sametinget, så jeg vil ikke berøre den i denne sammenhengen, selv om den er en svært viktig kulturbærer. Språk og språkstyrking ligger derimot under Sametingets område og er kanskje det viktigste området å ha fokus på for å utvikle det samiske samfunnet på flere felt. Det å ha mange altså mennesker som bruker de samiske språkene, er avgjørende for et språk og for å utvikle språkene videre. Vi vet at både sørsamisk og lulesamisk språk er truet, ikke minst fordi det er få brukere og lite i bruk. Nordsamisk er i en noe bedre situasjon, men også her må språket styrkes. Språk som skal utvikles, må brukes. Det må brukes i skole og undervisning, i radio og i tv, i teater og i sang, og ikke minst i hverdagssamtaler mennesker imellom. Regjeringen har vektlagt hverdagsutfordringer for de samiske samfunn for å nå målene om Det er for tiden store debatter om skilting av samiske stedsnavn i Nord-Norge, sist i Bodø, som flere har vært inne på. I Finnmark har vi hatt samisk stedsnavnskilting i mange kommuner i mange år. Det er mulig at det har vært mye debatt knyttet til dette tidligere, men per i dag kan jeg ikke registrere debatt knyttet til ulike kommunenavn i Finnmark. Porsanger kommune har endog skilting på tre språk, norsk, finsk/kvensk og samisk, og representanter for Porsanger sier med stolthet at det er den eneste trespråklige kommunen i Norge. Fremskrittspartiet spør om vi har behov for særlig språklig styrking overfor en «forsvinnende liten minoritet». Svaret er ja. Og hvis vi ikke satser på språket, blir det en forsvunnet minoritet. Det ønsker ikke Arbeiderpartiet. Språkpolitikk er viktig, og stedsnavn er en viktig del av språket og identiteten. Som finnmarking ønsker jeg Sametinget lykke til med dets viktige arbeid for de samiske språkene.

10. november, og antydet bl.a. at Arbeiderpartiet på Stortinget er uenig med Arbeiderpartiet på Sametinget om budsjettprosessen. Men dialogen mellom staten og Sametinget og budsjettprosessen var ikke tema for høringen og de spørsmålene som ble stilt. Det som var tema, var hva som hadde vært utviklingen i Sametingets økonomi, og hvilket ansvar Sametinget har for de prioriteringene som skjer innenfor sine økonomiske rammer.

Flere har ikke bedt om ordet til sak

Men det at man anerkjenner og ønsker å legge til rette for å ivareta samisk språk, kultur og identitet, fordrer ikke at man fører den politikken man gjør i dag. Jeg oppfatter Grunnlovens formulering først og fremst som en garanti mot assimilering, mot fornorskningsprosess, og der er Fremskrittspartiet helt på linje: Det ønsker ikke vi heller. Vi skal legge til rette, men det betyr altså ikke at vi skal legge opp til det som i realiteten er en overstyring, og jeg vil si fratar den øvrige befolkningen rettigheter fordi man gir samene særrettigheter. Det er to svært forskjellige ting. Så refererer representanten Holmås til Camerons oppgjør med den flerkulturelle ideologi, om du vil. Vel, det er ikke bare Cameron som har gjort det. Det har også Sarkozy i Frankrike og Angela Merkel i Tyskland. Man har innsett det SV ikke har innsett, nemlig at det skal ikke være fritt frem og sånn at alle kulturer sidestilles og integrering går seg til hvis man bare – jeg holdt på å si – tilber det frie mangfold. Man må ha en lederkultur i et samfunn. Det har ikke minst integreringspolitikken vist oss er helt nødvendig. Vi må ha noen føringer i forhold til språk. Men så vil jeg skyte inn at det er veldig viktig ikke å likestille samer som etnisk gruppe med de øvrige etniske gruppene som har kommet til Norge de siste ti årene gjennom innvandring. Samer tilhører de nasjonale minoritetene og er i så måte i en særstilling, sammen med andre nasjonale minoriteter, som jøder man da prøver å trekke den sammenligningen, er man ute på en uheldig vei, etter Fremskrittspartiets syn. For da likestiller man i realiteten somaliere som har opphold i Norge, med f.eks. Det vil i hvert fall ikke Fremskrittspartiet gjøre seg til talsmann for. Vi mener at tilrettelegging for samisk språk og samisk kultur handler om noe helt annet enn de nye minoritetene som etter hvert har kommet til Norge de siste ti årene. Men Cameron, Sarkozy og Angela Merkel konstaterer det alle andre ser utenom SV, nemlig at den flerkulturelle ideologien er død, og bør som sådan begraves.

Sarkozy, Merkel, Cameron – og særlig Cameron, som representanten tar utgangspunkt i – har ikke lagt seg på noen form for kollisjonskurs med det som en kan snakke om som et flerkulturelt samfunn. Men det Cameron sier, er at Storbritannia som «a genuinely liberal country» «believes in certain values and actively promotes them». Derfor sier

things.» Det tror jeg er en riktig understreking av at det Cameron faktisk ønsker å si, er at det er forskjell på religionsfrihet og det at mange, f.eks. i Storbritannia, nå bekjenner seg til islam, og til islamsk ekstremisme. Det er utgangspunktet for den talen Cameron holdt, der han sier veldig tydelig at den holdt, der han sier veldig tydelig at den nonchalante staten som sier at det er greit at alle gjør det de vil gjøre, ønsker ikke han å stå bak. Han ønsker å si tydelig at det er noen verdier som definerer rettsstaten og demokratiet i Storbritannia, og dette er verdier som han aktivt vil promotere. Det tror jeg er en riktig vei å gå, og det oppfatter jeg er i tråd med de integreringspolitiske signalene som kommer både fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre. Jeg har ikke hørt SVs stemme i den debatten. Det er sikkert ønskelig for representanten Holmås og andre å få lov å uttrykke hva de mener om f.eks. Arbeiderpartiets integreringspolitiske utvalg, men fra Høyres side sier vi at mange av tiltakene der er bra. Dette er tiltak som jeg også allerede har foreslått. Jeg er

anerkjenne og erkjenne de benevnelsene som Grunnloven har knyttet til samene, nettopp at samene er et folk som har vært her opprinnelig, og som dermed også har et folkerettslig krav på et særlig kulturvern. blir litt merkelig i forhold til de uttalelsene Fremskrittspartiet fremmer både fra denne talerstol og gjennom sine merknader, der politikken nettopp handler om å ta bort alle de særlige beskyttelsesvernene som er for det samiske folk, det samiske språk og den samiske kultur. Det er det ingen sammenheng i. Etter min oppfatning halter sammenligningen med andre utenlandske folk som har flyttet til dette landet og fått opphold her, noe voldsomt. De har ikke vært her opprinnelig. Som Amundsen nettopp påpeker, gir Grunnloven et særskilt vern for det samiske folk fordi nasjonen er dannet på territoriet til to folk – det norske og det samiske. Det er etter min mening altså ikke samsvar mellom den erkjennelsen og den politikken Fremskrittspartiet fronter på det samiske området.

som på den ene siden handlet om hva slags type problemer vi ser i dag, der det norske samfunn i dag også er preget av saker som diskriminering og rasisme. Noen av dem slår også ut direkte overfor den samiske befolkningen. Det er grunnen til at jeg synes det er viktig å insistere på at mangfold er en styrke for et samfunn, og at det å kjøre samfunnet i retning homogenitet, ikke er bra. Da kommer du lett i en situasjon der noen sier at vi er bedre enn andre, og vi har større rettigheter enn andre. Det synes jeg er skummelt av en majoritet overfor en minoritet som er spesielt sårbar. Når det gjelder hva slags verdier vi legger til grunn for samfunnet, og som vi ønsker å basere det norske samfunnet på, er det en interessant debatt. debatt. Her vil vi være, vil jeg tippe, 90 pst. enige og 10 pst. uenige. Demokrati og likestilling er kjempegrunnleggende verdier som jeg ønsker at det norske samfunnet skal ha. Så sier jeg at utjevning er en tredje ting som jeg mener er en styrke ved det norske samfunnet, sett opp mot f.eks. det britiske samfunnet, fordi samfunn med små sosiale forskjeller er bedre enn samfunn med store sosiale forskjeller, både når det gjelder tillit mellom mennesker, både når det gjelder tillit mellom mennesker, og når det gjelder andre ting som kriminalitet, levealder – alle de andre tingene. Så utjevning er en verdi vi ønsker å legge til grunn for det norske samfunnet. Så merker jeg meg at Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet på den ene siden sier at han slutter opp om Grunnloven, men på den annen side er uenig i det som står i Grunnloven. Det er i og for seg straight nok – vi kan være mange her som er uenige i enkeltelementer av det som står i Grunnloven. han at det samiske folket skal ha rett til et språk og rett til utøvelse av sitt eget språk, slik jeg oppfatter ham. Det betyr at jeg herved inviterer Per-Willy Amundsen til å stille opp sammen med meg i fellesutspill i alle de nordnorske avisene for å forsvare at vi nå også skal navnsette byene Tromsø, Bodø og kommuner som velger å gjøre det, både på samisk og på norsk. Det hadde vært flott. Det hadde vært bidrag nettopp til å sørge for at du ikke fikk den tilspissede situasjonen, til å anerkjenne det samiske språket på en god måte, og det ville kanskje vært et brudd med den linjen som Per-Willy Amundsen og Fremskrittspartiet oppfattes å stå for. Presidenten vil bare bemerke at all tale skal rettes til presidenten. Amundsen har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Når man blander sammen formål og virkemidler, blir det ofte en ganske rotete debatt. Det er det jeg oppfatter at representanten Holmås mfl. gjør. Det er altså ikke slik at det å ivareta og legge til rette for at det å ivareta og legge til rette for at samisk språk, samisk kultur og samisk identitet skal ha overlevelsesmulighet i det norske samfunnet, er lik den politikken som føres i dag. Det er mange måter å tilnærme seg det på. Fra vårt utgangspunkt handler det om å legge til rette, ikke tvinge andre. Det er en svært stor forskjell på de to tingene å legge til rette og å tvinge andre. Da vil man se at her handler det om virkemidler og og ikke om målsetting, for den kan vi godt være enig i. Så er altså poenget det at til syvende og sist, når man snakker som om at samisk kultur, samisk tradisjon er noe man liksom kan vedta eksisterer – i dette storting – er det den enkelte same som selv må ta vare på sin identitet. Flere har ikke bedt om ordet til sak

at man

det er klart,

Arne

det skal

så

tilsvarende
Men så er

Da skulle vi være klare til å gå til votering. Presidenten vil foreslå at utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse i Stortingets møte 10. februar 2011 vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt. Det voteres over forslag fra Fremskrittspartiet og